Før Stortinget går til votering på dagens kart, vil presidenten, med bakgrunn i den situasjonen som nå har oppstått, foreslå noen endringer i Stortingets og komiteenes saksbehandling og møteavvikling. For å begrense risikoen for smittespredning i den aktuelle situasjonen vil presidenten i medhold av Stortingets forretningsorden § 79 fremme forslag om å fravike Stortingets forretningsorden slik at komiteene kan avholde møter og treffe avgjørelser uten å måtte møtes fysisk. Det foreslås derfor følgende vedtak: «Med virkning fra 12. mars 2020 og inntil videre settes kravet om fysisk tilstedeværelse i Stortingets forretningsorden § 25 om komitemøter og § 26 om avstemminger i komiteene ut av kraft.» Er det noen som har innvendinger til det? – Så synes ikke, og forslaget er med det enstemmig vedtatt. Presidentskapet vil sende et brev til komiteene med en orientering om vedtaket og veiledning om hvordan bestemmelsene nå vil være å forstå. Videre vil presidenten opplyse om at presidentskapet i samarbeid med de parlamentariske lederne vil foreta endringer i Stortingets møteprogram de kommende uker, med færre møter i plenum, og at behandlingen av sakene komprimeres noe. Det vil bli gitt nærmere opplysninger om dette. Da er Stortinget klar til å gå til votering over endret dagsorden nr. 59. Presidenten vil foreslå at utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse holdt i Stortingets møte den 5. mars 2020 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Under debatten er det satt frem i alt fem forslag. Det er forslagene nr. 1 og

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Sak nr. 5 er utsatt til et senere møte i Stortinget. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er